Følgjande innkalla vararepresentantar tek no sete: for Vest-Agder: Jorunn Gleditsch Lossius for Finnmark: Sigurd Kvammen Rafaelsen Frå Arbeidarpartiets stortingsgruppe ligg det føre søknad om permisjon etter Stortingets forretningsorden § 5 andre punktum for representanten Maria Aasen-Svendsrud frå og med 8. februar kl. 15 og inntil vidare. Presidenten tilrår at denne